om hva som blir regjeringas holdning framover når det gjelder å sikre denne viktige næringa forutsigbare rammevilkår. Det andre som jeg vil påpeke, er kuttet på 430 mill. kr, som tilsvarer hele 27 pst. i de regionale utviklingsmidlene. Arbeiderpartiet mener at disse midlene er avgjørende for å stimulere til nyskaping og gründervirksomhet. Distriktsmidlene er viktige midler der markedet svikter aller mest, og sikrer at både naturressurser og menneskelige ressurser kan tas i bruk over hele landet. Det er derfor svært uheldig at Høyre–Fremskrittsparti-regjeringa kutter dramatisk i disse midlene. midlene. I denne sammenheng vil jeg også vise til at Innovasjon Norge i sitt høringsinnspill til regjeringas tilleggsproposisjon bemerket at disse kuttene vil bidra til en lang periode med stor usikkerhet for gründere og bedrifter i distriktene. Dette bør også støttepartiene Kristelig Folkeparti og Venstre merke seg. Vi ser også kutt i virkemiddelapparatet som er rettet inn mot viktige distriktsnæringer som landbruk, fiskeri og reiseliv. Det prioriteres i stedet skattelette og mer generelle virkemidler. Dette viser etter min mening at Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre allerede er i ferd med å forlate Stoltenberg-regjeringas aktive næringspolitikk. Regjeringa Solberg er

Regjeringa Solberg legg fram eit vekstfremjande budsjett, difor kuttar dei i alle positive tiltak for å fremja kvalitet og marknadstilgang for fiskerinæringa og tek bort alle særreglar næringa har hatt. Svært mange av representantane frå Høgre og Framstegspartiet har påpeikt at veljarane ved val gav tilslutnad til ei ny regjering. Denne tilslutnaden er det grunn til å tru byggjer på valløfta som vart gjevne. Difor må ein sjå på kva dei sa, og kva dei gjer.

Fiskeriminister Aspaker kalla til og med lineegnetilskotet og vekstpakken for kvitfisk for subsidiar, og sa at ordningane svekkjer incentiva for nødvendig omstilling i næringa. Bransjar som slit, kan altså ikkje venta seg tiltakspakkar i tida framover for å betra konkurranseevna. Høgre sa langsiktige, føreseielege rammevilkår. Det første dei gjer, er å setja rammevilkåra til fastlandsindustrien på spel, Hydro, Statskog, Elkem, Alcoa og mange fleire fekk endra rammevilkåra og forverra konkurranseevna over natta, og dei truga sjølvsagt med streik. Høgre sa skattelette for alle, og ikkje auka forskjellar. Fiskarane og bøndene får skatteskjerpingar, dei rike 40 000, og dei med lågast inntekt nokre hundrelappar. Og det er berre millionærar som tener på endringane i arveavgifta. Dette gjev auka forskjellar. Høgre sa rullerande barnehageopptak, men nei. Det dei likevel gjer, er

Det må vera lov å spørja seg: Oppfyller dei valløfta sine til småbarnsforeldre, studentar, fiskarar og bønder? Vert konkurranseevna betra ved at vekstpakkar og konkurransefremjande tiltak vert fjerna? Gjer auka bruk av oljepengar oss mindre oljeavhengige? Nei, Høgre og Framstegspartiet forsterkar todelinga i norsk økonomi. Dei svekkjer arbeidslinja og aukar

Regjeringa svikter studentene med å reversere forslaget om elleve måneders studiestøtte. Regjeringa svikter dem som har minst med å øke forskjellene. Regjeringa svikter derimot ikke Norges rikeste. Skattekutt som f.eks. gir Thon nesten 10 mill. kr mer i året – aldri før har vel bidragsyterne fått raskere avkastning på pengene sine enn han og andre med store formuer som har bidratt til å fylle Høyre og Fremskrittspartiets valgkampkasser. Folk flest, som Fremskrittspartiet ynder å kalle dem, må imidlertid ta til takke med lommerusk – ei krone eller to per dag er fasiten for dem. Jeg registrerer for øvrig at statsministeren heller ikke i dagens debatt er bekymret over en politikk for økte forskjeller. All erfaring tilsier at en politikk som stimulerer til økte forskjeller, slik regjeringa legger opp til, vil gjøre livet vanskeligere for flere. Når en kombinerer dette med en velferdspolitikk som trekkes mer mot markedsløsninger, og en arbeidslivspolitikk som svekker arbeidstakernes rettigheter, blir det riktig ille. Budsjettet ble ørlite bedre da Kristelig Folkeparti og Venstre inngikk forlik.

over at man fikk beholde 99,8 pst. av sitt opprinnelige budsjett urørt. Politikk handler om veivalg. For oss i Arbeiderpartiet er det viktigst å føre en trygg økonomisk politikk som gir alle like muligheter innenfor et sterkt velferdssamfunn og et trygt arbeidsliv, og – ikke minst – sørge for små forskjeller. Dessverre ser vi at dette trues regjeringa. Den norske modellen er med andre ord under

For hvert eneste av de åtte årene under rød-grønt styre har de blå-blå regjeringspartiene fremmet sine alternative budsjetter, der betydelige skattekutt har vært kombinert med mer til de fleste gode formål. Finansministerens eget parti har overgått det meste av det vi har opplevd på løftefronten. De som kanskje har aller størst grunn til å føle seg er den store gruppa av pensjonister. Det var ikke måte på hvor mye det skulle bli i lommeboka til hver enkelt, bare Fremskrittspartiet fikk slippe til. Det var skattekutt, fjerning av bompenger og en betydelig økning i reguleringen av løpende pensjoner. Nå sitter Fremskrittspartiet med makta og styrer pengesekken. I regjeringserklæringen står det svart på hvitt at pensjonsforliket, som Fremskrittspartiet kalte tidenes pensjonistran, ligger fast. Hvilken nedtur for alle dem som trodde på de fagre løftene! Nå er ikke Arbeiderpartiet av dem som skal beklage seg over at pensjonsforliket ligger fast. Forliket handler om solidaritet mellom generasjoner. Det var helt nødvendig for å sikre at vi har råd til pensjoner også i framtida, uten å måtte pålegge ungdom i etableringsfasen og unge barnefamilier et skattenivå de med rimelighet ikke kan makte, i tillegg til utgiftene mange av dem har i et boligmarked der prisene hittil bare har gått én vei. Virkeligheten har nå også innhentet Fremskrittspartiet. Så til et annet spørsmål der tingene ikke helt henger sammen: Høyre og Fremskrittspartiet sier i finansinnstillingen at små forskjeller mellom folk er en styrke, at den største forskjellen er mellom mennesker med og uten jobb, og at det skal lønne seg å jobbe. Det er to ganske klare skillelinjer når det gjelder inntekt og levekår i Norge i dag. Begge er klassiske. Det ene skillet går mellom menn og kvinner, det andre skillet går mellom etnisk norske og personer med innvandrerbakgrunn. Forskjellene ser dessverre ut til å være seiglivete, de forplanter seg videre til nye generasjoner. Men i stedet for å følge opp de rød-grønnes satsing på integrering og en familiepolitikk som styrker kvinners situasjon i yrkeslivet, velger regjeringa å gå motsatt vei. Kvinner betales med kontantstøtte for å holde seg hjemme, barnehagene skal bli dyrere og pappapermen kuttes. Det er en politikk verken kvinner, innvandrere eller samfunnet som helhet har råd til. For noen skal det tydeligvis ikke lønne seg å jobbe. Hvor er logikken? Det er mye en kan forundre seg over i de veivalg som den nye regjeringen foretar seg. Som representanter for Vestlandet var vi veldig glade da vi så at de ville øke midlene til tunnelsikring spesielt. Det slo positivt ut for Vestlandet. Når man først valgte å bruke mer oljepenger, mente vi at dette var helt rett. I den landsdelen jeg kommer fra, er veldig mange av innbyggerne som hver dag når de sender ungene sine på skoleveien, når de skal bruke veiene for å komme til arbeid eller som næringsaktører, lever med hjertet i halsen To tredjedeler av de farlige veiene er på Vestlandet. Hovedinnfartsåren fra øst er veien mellom Bergen og Voss. Siden 1970-årene har

Så har vi hovedveien fra Hardanger til Voss, som også ble stengt i over en måned, noe som medførte en omvei på over to timer. Det er virkeligheten til vestlendingene. Da forundrer det meg at julehilsenen fra Erna Solberg hjem til Vestlandet, blir å ta fra akkurat disse midlene – fra dem som lever i dette til dagen – for å planlegge enda mer togbaner på Østlandet. Jeg har full forståelse for at det er store behov i hele landet, men det må være en rimelig balanse i forhold til behov. Det er kanskje viktigere å prioritere dagens behov enn å planlegge for framtiden, spesielt når man har i minne at 50 pst. av investeringene allerede går til Østlandet. Vi har også fått med oss at Fremskrittspartiet ikke når målet når det gjelder bompenger, men de var også ganske tydelige på å si at de skulle prioritere det som ga størst samfunnsnytte. Så ser vi at de bevilger til veiene i Alta og til vei i Telemark. Men nå som man presenterer Askøypakken, som er i nærheten av Bergen, eller tilsvarende i forhold til Trondheim, blir ikke disse prioritert i forhold til å fjerne bompenger. bompenger. Da bruker de plutselig innkrevingskostnader. Signalet fra regjeringen nå gjelder veiene med få brukere og høye kostnader. Er det det som er samfunnsnyttig for den nye regjeringen? Men det finnes også en annen side av dette samfunnsregnskapet. For hver gang man bruker mer på bompenger, forskyver man andre samferdselsprosjekter. Jeg vil gjerne se listen over hvilke investeringsprosjekter som nå blir forskjøvet, for det er ikke sånn – selv om vi nærmer oss jul at hver gang vi fjerner penger og bruker mindre bompenger, øker samferdselsbudsjettet – for det er det samme. I løpet av denne debatten har omgrepet «kunnskap» fått ei nærmast mytisk betydning mytisk fordi det antakeleg er like mange oppfatningar av omgrepet som det er folk i denne salen, kanskje endå fleire. Samtidig blir det nikka med ein type attkjenning og fellesskap når omgrepet blir nemnt, som om det var ein gammal venn som hadde blitt nemnd. Eller sto det i talepunkta til regjeringa at kunnskapsomgrepet, i alle sine former, det skal regjeringa vinne? Det blir som om kunnskap er noko handfast som ein kan fange. Det er som i filmen «Ildkrigen», der ein stamme har skaffa seg flammen som utløyser ein krig som stort sett varar gjennom heile handlinga i filmen. Spørsmålet er ikkje kven som snakkar mest om kunnskap, spørsmålet er kven som best forstår og kven som best legg til rette for kunnskap. Som filosof skal eg vakte meg for å stille ein for sikker diagnose, men såpass kan eg seie: Kunnskap er ikkje noko som kan bli instrumentelt implementert i eleven, studenten eller i samfunnet som såleis. Det må bli lagt til rette for det gjennom nysgjerrigheit, nyskaping, kreativitet. Det er ikkje ein ting som kan kjøpast, det må bli forstått og erkjent, eller for å sitere ein barnefilosof: Det må bli kultivert over tid. Med andre ord: Det er ingen «quick fix» som gjer at universitet eller næringsliv gløder over av kreativitet og skapartrong. Det må bli skapt ein kultur for kunnskap. Kultiveringa begynner i barndommen. Den raud-grøne regjeringa si barnehagesatsing har tatt i bruk det vi veit er best for barn si utvikling av kunnskap, og løfta sektoren frå å bere preg av oppbevaring til å vere ein stad for utvikling. Ingenting er viktigare for mennesket enn ein god og Den raud-grøne regjeringa har tatt i bruk det vi veit fungerer for læringa til eleven, ved å leggje til rette for ein allsidig tilnærming til kunnskap som er både teoretisk, estetisk og praktisk. Vi har til og med innført frukt og grønt og auka fysisk aktivitet, fordi vi veit at det bidreg positivt til kunnskap og utvikling. På same vis har vi redusert testpresset på barn og unge, fordi vi veit at det kan verke negativt inn på den indre motivasjonen til kunnskap. Og vi foreslo å styrkje studentøkonomien fordi vi veit at eit liv der du må jobbe ulempeleg på butikk like mykje som du studerer, ikkje fører til dei store oppdagingane. Når den nye regjeringa no legg siste handa på sitt første budsjett, viser dei ei anna forståing. Barnehagane blir kutta med til saman 600 mill. kr, skulane blir ribba for kulturtilbod og vitaminar, og for kva? For kva blir prioritert når regjeringa som skapar kunnskapssamfunnet, lar dei store pengane gå frå barn, unge og studentar til dei med stor arv og formue – frå kunnskap til kapital?

No kan dei leva godt med ho, for i budsjettet kan vi lesa at endringa først skal skje når ein nasjonal helse- og sjukehusplan er utforma, vedteken og verkar. Det vil kunna ta tiår. Sjølv med 4 milliardar fleire oljekroner til bruk sikrar Høgre–Framstegsparti-regjeringa ikkje éi krone meir til pasientbehandling i dei offentlege sjukehusa. Den auka løyvinga på 300 mill. kr til drift skal gå til private.

Private tilbod skal bli prioritert, det offentlege skal bli nedprioritert. Helsemillionar går no rett frå statsbudsjettet til kommersielle helseselskap utan konkurranse. Før valet framstilte Høgre og Framstegspartiet det som om dei var opptatte av rusbehandling. Flittig har dei kritisert den raud-grøne rusomsorga. Men Høgre–Framstegsparti-regjeringa gir ikkje éi krone meir til kommunalt rusarbeid, trass i ei ramme Den omtalte budsjettauken på 343 mill. kr til kommunalt rusarbeid blir tatt rett frå kommunerammar. At pengane flyttar post på statsbudsjettet, skal ifølgje Høgre og Framstegspartiet no sikra både reell kapasitetsauke på rusfeltet, fleire mottakssenter i storbyane, saumlaus overgang frå avrusing til rehabilitering og ettervern frå første dagen. Effekten av øyremerking når nye dimensjonar.

Regjeringa bør innsjå at det er i kommunane utfordringa no ligg. Ifølgje ein ny SINTEF-rapport er 7 pst. av alle inneliggjande pasientar i psykiatrien til einkvar tid utskrivingsklare og ventar på tilbod i kommunane. Kvar fjerde sjukehusinnlegging i psykiatrien kunne vore unngått med betre kommunale tilbod. Spesialisthelsetenesta treng ikkje først og fremst meir pengar – dei treng dei rette pasientane. Høgre og Framstegspartiet har gjort fleire omprioriteringar. Det var som forventa.

har tilkjennegitt sin mening gjennom å stemme frem et nytt flertall, en ny politikk og en ny regjering. Og den nye regjeringen leverer. Den står for en ny kurs og leverer allerede i sitt første budsjett en ny retning hvor vi evner å prioritere, i motsetning til de rød-grønne, som dessverre har hatt en tendens til å bruke vekst i oljeinntektene til å stryke et tynt lag med offentlige midler over nær sagt alle områder. I motsetning til de rød-grønne partiene evner vi å prioritere, vise handlekraft og følge opp på de områdene som har vært viktige for oss, gjennom samarbeidsavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre og gjennom Sundvolden-erklæringen. Retningen er tydelig. Områder som kunnskap, forskning, samferdsel, økt satsing på helse, særlig innenfor psykiatri og rus, økt satsing på politi, på beredskap, samt på skattelettelser – og sist, men ikke minst, at vi fjerner arveavgiften i sin helhet allerede fra årsskiftet. Dette er et budsjett som vil øke ulikhetene i samfunnet, hevdes det fra de rød-grønne partiene. Da vil jeg gjenta det som er blitt sagt flere ganger av mine kolleger i Høyre gjennom debatten i dag, nemlig at det som skaper ulikhet og de store forskjellene mellom innbyggerne i dette landet, er om de har jobb eller ikke. Jobb betyr inntekt og trygghet i hverdagen for den enkelte. Og, som arbeidsministeren var inne på tidligere i debatten, så viste tall fra 2012 at rundt 600 000 mennesker mellom 18 og 67 år står utenfor arbeidslivet og går på helserelaterte ytelser. ytelser. Da blir det grunnleggende viktig å få flest mulig i arbeid og at vi har et vekstkraftig bedrifts- og næringsliv, som i tillegg til offentlig sektor tar imot og kan tilby gode og trygge arbeidsplasser. Og hva er det som gir den enkelte mulighet for arbeid? Jo, ikke minst utdannelse og kunnskap er viktig. Jeg registrerer at hovedtalspersoner fra de rød-grønne partiene i veldig stor grad unnlater å fokusere på kunnskap under debatten her i dag. På denne talerstolen synes jeg man skal være påpasselig med å være ærlig, og for å være ærlig synes jeg den evige diskusjonen om det skal være 1 pst. eller 0,99 pst. av BNI i bistand er en avsporing. Spørsmålet «hvor mye» er viktig, men det er langt viktigere å diskutere «hva», «hvorfor» og «hvordan», med tanke på hva målet med norsk utviklingspolitikk skal være. Regjeringen vil resultatorientere bistanden og ikke minst fokusere på kontroll knyttet til hvordan pengene brukes, for det er viktig å vite om de brukes i tråd med intensjonene. Det er f.eks. helt klart i strid med intensjonene når norske bistandsmillioner har blitt satt i aksjer på børs eller har forsvunnet på veien, som et resultat av korrupsjon. Det bør, selv om det er krevende, etterstrebes nulltoleranse overfor korrupsjon knyttet til bistand. Med de midlene Norge stiller til rådighet, fordelt over et hundretalls prosjekter og land, påhviler det oss også et stort ansvar for å følge opp, slik at pengene går til det som de ment å skulle gå til. Fremskrittspartiet er trygge på at dagens regjering vil følge opp kontrollarbeidet og resultatorienteringen på et aktivt vis. Det finnes ingen bedre kur mot fattigdom og elendighet enn god gammeldags markedsøkonomi. Adam Smith trumfer Karl Marx hvilken dag som helst. Det er bare å se på utviklingen i verden de siste tiårene. De landene som har åpnet opp sine økonomier og lagt til rette for en friere handel, er også de som har opplevd størst vekst i velstand, og som har løftet millioner av mennesker ut av fattigdom. Eller for å sitere Bono i U2: Kapitalismen har vært den mest effektive ideologien vi kjenner til, når det gjelder å løfte folk ut av ekstrem fattigdom. Hoveddelen av fattigdomsløftet har skjedd i Kina. Det er fordi Kina har valgt å åpne opp sin økonomi og slippe til privat sektor. For det fortjener

Det handler også om å se på de fattige landene og deres befolkninger som ressurser, framfor klienter. Å bidra til å skape lønnsomme og gode arbeidsplasser i utviklingsland er nå en sentral utviklingspolitisk målsetting. Det handler ikke om å blåse opp offentlig sektor i fattige land, men det handler om å gi luft under vingene til privat sektor. Tidligere i dag, i denne salen, holdt representanten Lundteigen et flammende innlegg mot markedsøkonomi og frihandel. Jeg vil avslutte med å advare mot proteksjonismens farer. Proteksjonisme er ikke løsningen på verken den rike eller den fattige verdens utfordringer. Proteksjonisme er ikke løsningen på noen verdens ting. Det er snarere problemet og årsaken til masse elendighet. Dette budsjettet er

justering knyttet til et grønt skatteskifte. Den nye regjeringen la fram en tilleggsinnstilling som gjorde dette budsjettet enda dårligere. Likevel har vi nå et budsjett som er et godt miljøbudsjett. Det er gjennomført endringer som gjør at vi nå har et bra første budsjett for å gjennomføre en mer offensiv miljøpolitikk Det gjør vi gjennom å lage nullmoms på elbiler og batteripakker. Det er høyere avgift på fyringsolje. Transnova får nå en økning i tilskudd – til tross for to forslag om å svekke Transnova – og kan utfylle sin posisjon i året som kommer. Det er bedringer når det gjelder det klassiske naturvernet, men først og fremst

Ringeriksbanen. Vi har en enighet om på nytt å se på muligheten for en høyhastighetsbane mot Gøteborg. For Venstre er det også viktig at vi ikke bare kan planlegge for tiltak som kommer befolkningen til gode etter mange år. Vi må også se på mulighetene vi har for å optimalisere det systemet vi har i dag. Vi vil i budsjettene framover se på muligheten for hvordan man kan styrke kapasiteten, enten det er er på Kongsvingerbanen, Jæren, mot Gjøvik eller til Hokksund, i tillegg til de planene som også ligger i Nasjonal transportplan omkring Trondheim og ellers i Trøndelag. Så ordfører – jeg mener president – jeg ble litt forstyrret av at jeg så miljøvernministeren kjøre elbil sammen med byråden i Oslo på TV2-nyhetene i kveld. kveld. Det er kanskje betegnende, for nettopp i den byen er jo stort sett hvert eneste miljøtiltak som er foreslått og gjennomført, nettopp foreslått og gjennomført i et samarbeid med Venstre, og det har vært Venstre som har vært en pådriver for å få dette til. Nå har vi en mulighet til å bruke posisjonen vår på Stortinget for å gjennomføre en offensiv miljøpolitikk i årene framover. Dette er en god start, men det er bare en start. Presidenten synes det er tiltalende at representanten er så begeistret over egen fortreffelighet at han mister hodet på tiltaleformen, men tiden får vi allikevel holde. President, har du noen gang følt naturens velsignelse? Har du løpt barbeint i furuskogen og kjent den ekstra spretten som furunålene gir? Har du badet i et vann i lauvskogen mens du skinner i lyset som glitrer gjennom bladene? Eller gått rolig på ski i påskesolen opp til Torfinnshorgi i stillhet, bortsett fra lyden av skiene som skjærer i snøen? For akkurat da kjenner du naturens velsignelse. Jeg synes dette er verdt å ta vare på, president, er du enig? Ja. Det nikkes. Men jeg er redd regjeringen ikke er enig. Når de nekter kommuner å omtale og bruke begrepet «inngrepsfri natur» som begrunnelse for å ta vare på nettopp den naturen. Når de vil la biler for folk flest bli dyrere, mens de kutter i avgiftene på luksusbiler og drivstoffslukere. Når de sier de er for miljøvennlige innkjøp i staten, men kutter ut den avdelingen som skal sørge for nettopp det innkjøpet. Når de kutter i opprydningen av gammel gruveforurensing og bruker pengene på nye gruver istedenfor. Når de kutter i Miljødirektoratets viktige arbeid og åpner for skuterkjøring til alle kommuner som vil – sterkt i strid med folkemeningen – og kutter i bevilgningene til dem som skulle føre tilsynet med skuterkjøringen. Jeg er redd for at vi har en regjering som nok sier at den vil ta vare på naturen, men som i alle de viktige prioriteringene den skal gjøre, der hensynet til naturen skal veies opp mot andre hensyn – sånn som olje eller fisk, gruve eller rein fjord, skjærgård åpen for alle eller inngjerdet for de få, eldgammel skog eller hogst, naturmangfold eller motorvei, skuterkjøring eller naturopplevelse – vil la naturen tape. I dag var jeg på ultralyd for første gang, og hvis alt går som jeg håper, skal jeg la min datter løpe barbeint i furuskogen, bade i lauvtrelyset og lokke henne med kvikklunsj hele veien opp til Torfinnsho. Og hvis ikke den gamle furuskogen er blitt felt, hvis ikke gruvevirksomhet har gjort vannet umulig å bade i, eller skuterbrølet overdøver skiene som skjærer gjennom skaren, så skal jeg smile til og se på at hun leende oppdager naturens velsignelse. Mens neste taler, representanten Hårek Elvenes, finner veien opp til talerstolen, vil presidenten til det siste innlegget bemerke at han har hatt slike naturopplevelser, men at han ved alle de naturopplevelsene har vært påkledd. Det synes presidenten det er grunn til å understreke.

eller så var han logget av for en stakket stund. Det er arbeidet med reguleringsplanen som ligger på kritisk linje i utviklingen av Fornebubanen. Planen er at Bærum kommune skal ha sin reguleringsplan klar sommeren 2014, og Oslo i løpet av 2015. Da, sa samferdselsministeren, er staten parat til å stille opp med 50 pst. i bidrag for å dekke kostnadene ved å bygge banen. Fornebubanen er en del av Oslopakke 3. Gitt at planprosessen går som planlagt, vil man begynne byggingen av Fornebubanen i løpet av 2017 – det sa samferdselsminister Ketil

føler at de er litt på defensiven. Det er mulig at de har litt å gå på, men en regjering som har gått av – som jeg ynder å kalle gyngestolregjeringen – som har sittet i åtte år og gynget fram og tilbake uten å flytte seg noen plass, må selvfølgelig føle det som et sjokk at Stortinget faktisk gjør noe. Representanten Elvestuen var også inne på det. Gjennom de siste åtte årene har ikke Stortinget foretatt seg noe som helst. Det viktigste i dagens debatt – og det viktigste som ligger i dagens dokument også – er kanskje at man faktisk har vitalisert Stortinget igjen. Selv om jeg ser at forhandlingene i Stortinget har vært tøffe, og at man ikke er helt fornøyd – men Kristelig Folkeparti er fornøyd, Venstre er fornøyd, Høyre er fornøyd og Fremskrittspartiet er delvis fornøyd

Så er det en annen ting som er viktig, og hvor jeg føler en viss arroganse fra avgåtte regjeringspartier: For første gang på flere valg gjenspeiler Stortinget det reelle flertall i folket. Det er også en viktig sak. Vi har hatt åtte år med en regjering som faktisk ikke har hatt et reelt flertall i folket – det er valgordningen som har lagt til rette for den avgåtte regjeringen. Det også må være viktig i dag. Nå har vi i hvert fall et flertall

203 av 208 uker, så kanskje kan det være at stormen av kritikk vil dempe seg etter hvert – for det som ligger til grunn her i dag, og som skal vedtas, er faktisk en bevegelse. Det er en tydelig kursendring i forhold til det som har vært etablert i åtte år, og det tror jeg sannelig at denne nasjonen

Det tar jeg til etterretning. Det betyr at vi er like interessante i dag som vi var med en annen regjering. Jeg hadde kanskje forventet at de som tidligere satt i regjering, og nå er i opposisjon, ønsket å snakke om sin egen politikk, men det har jeg ikke opplevd som det mest framtredende i debatten i dag. Man har gjentatt og påpekt alle mangler ved den nye regjeringen og de forslagene som ligger på bordet. Det er selvfølgelig lov. Det er en del av det vi gjør i demokratiet – innenfor de spillereglene vi har. Men det kan jo være sånn – med all mulig respekt at de som har stemt på andre partier enn på dem som nå tilhører regjeringsgrunnlaget, har ønsket å høre om disse partienes egen politikk. Det hadde kanskje ikke vært dumt, men det er nå engang sånn at det får Senterpartiet, SV og andre avgjøre. Og som om ikke det skulle være nok, ser jeg også til min store overraskelse at man er bekymret over at vi er så trege av oss – det går så lang tid med disse tingene, vi har jo ikke fått fjernet alle bomstasjonene, som vi har lovt. Da tillater jeg meg om en finansdebatt for en tid siden, da forrige regjering bevilget 50 mill. kr – tror jeg det var – til oppstart av bygging av dobbeltspor på Østfoldbanen. Det skulle ikke bli ferdig den samme høsten, det skulle ikke bli ferdig den samme perioden – det skulle heller ikke bli ferdig i valgperioden etterpå. Dette var helt uproblematisk, fordi man hadde bevilget et oppstartbeløp. Hvor er denne toleransen nå? Hvorfor har man ikke den samme «slakken» i higen etter å vise suksess nå? men gi oss mer enn de ukene vi har hatt, så skal vi levere. Og det fine er: Det er ikke denne forsamlingen som skal avgjøre framtiden til dagens regjering – det er det alle på utsiden av dette huset som skal. Deres opplevelse av det som skjer her, føler jeg meg ekstremt overbevist om er vesentlig annerledes enn den negative beskrivelsen som dagens å tilhøre en regjering som satser stort på samferdsel. Jeg bor i et forholdsvis langstrakt fylke – som også mange andre her gjør – og det gjennomgående temaet under valgkampen var samferdsel, samferdsel og atter samferdsel. Grunnen er at det over lang tid ikke har vært nok politisk fokusering på dette. Jeg skjønner meg ikke på den forrige regjeringen, men heller ikke på regjeringen før den igjen. Nå har man tatt tak. Man har gjort et vesentlig løft langt over det som har vært gjort tidligere. I så måte står vi på trygg grunn. I tillegg har man også en stor satsing på justissektoren. Jeg er glad for at vi nærmer oss en avklaring når det gjelder kjøp av nye redningshelikoptre og ambisjonen om å få økt antall politifolk og økt trygghet for folk. Folk som er skattebetalere, har krav på en del fellesgoder. Polititjenester er et av dem. Her skal

Ok, det kan kanskje være en stiftelse, til nød noen kommersielle foretak i ny og ne, hvis man holder seg litt for nesen, men aller helst staten. Det er liksom noe trygt og uforanderlig over det. Og så er det jo besnærende å ha kontroll. Med de offentlige pengene har det gjerne fulgt kraftige føringer og styring av innholdet i kunsten. Høyre ønsker noe annet. Vi mener at vi skal spre makten, gi mest mulig tillit, og at alle gode krefter skal inviteres med. Vi tror at når vi sprer makt og gir tillit, kan det til og med hende at det fra tid til annen dukker opp noen bedre løsninger. Det har blitt uttrykt bekymring fra rød-grønn side når private aktører ønsker å være med og bidra til kulturlivet. Det er en aversjon – og i disse dager til og med en aksjon – mot privat kulturlivet. Der Høyre mener at private aktører med sin støtte er konstruktive medspillere som bidrar til et større mangfold, finner vi krefter på venstresiden som vil stanse private firmaer de ikke liker, senest sett i en aksjon som har som mål at foretak i petroleumsindustrien skal stoppes om de vil sponse kulturlivet. En oljekrone fra staten er altså ren og pen, mens en krone fra statseide Statoil er uren og besudlet – et veldig underlig paradoks. Litt avhengig av hvor i venstresidens villnis man har forvillet seg, opplever vi altså at det er staten, og ingen andre, som skal være den suverene kunstmesen og velgjører. Slik vil ikke vi i Høyre ha det. Vi vet at det er vanskelig for kulturlivet å vekke næringslivets interesse på egen hånd. Det siste kulturen trenger, er uforutsigbarhet om hvorvidt sponsing er greit eller ikke. Selvfølgelig er det ok. for private bidrag til kulturlivet. Omfanget av private gaver er veldig beskjedent i Norge. Bidragene skal ikke erstatte offentlig støtte, det skal være et velkomment supplement. Vi ser gode resultater fra våre naboland, senest i Sverige, hvor en fersk undersøkelse viser at engasjementet svensk næringsliv har vist for kunst og kultur, har bidratt til økt mangfold og oppmerksomhet. I tillegg har det også bidratt til å styrke Regjeringen etablerer nå en gaveforsterkningsordning for kulturfeltet, og dette er én måte å stimulere til at nye aktører vil bidra økonomisk til norsk kulturliv. Videre har Høyre i regjering tatt forslaget om et nytt kunnskapssenter for kultur og næring på alvor og foreslått å øke tilskuddet til etablering fra 1,5 mill. kr til 5 mill. kr – statlige kroner, for å frigjøre flere private kroner.

om det går på skogbruk, om det går på kraftkrevende industri, om det går på jordbruk, om det går på fiskeri, om det går på de distriktsrettede virkemidlene for å skape nyskaping og innovasjon: Virkemidlene tappes ned. Vi i Senterpartiet mener det er grunnleggende feil når vi ser den økonomiske situasjonen vi er oppi. Vi mener at de virkemidlene burde forsterkes, ikke svekkes, og at vi burde ha et samspill mellom staten og næringslivet for å hjelpe fram de gode ideene, de bedre løsningene og skape utvikling i hele landet. En næringsnøytral politikk vil skape større forskjeller og færre arbeidsplasser over tid. En annen ting som har vært ganske tydelig i debatten, er at regjeringen måtte bruke mer oljepenger, det som allerede lå der, var ikke nok. At en finansminister ønsker å bruke mer oljepenger, er kanskje ikke så veldig overraskende, men det er interessant å lese det finansministeren skriver i sin innstilling. Hun skriver at hvis vi hadde brukt 4 pst., «ville det undergravd vekstevnen og stabiliteten i fastlandsøkonomien». Det er veldig klargjørende og tydelig tale fra partilederen i Fremskrittspartiet. Med den talen har jo partilederen i Fremskrittspartiet sagt at valgløftet Fremskrittspartiet ga om å øke den årlige bevilgningen til samferdsel med 45 mrd. kr per år, er gravlagt, for det er ikke mulig å få til. Derfor ble det litt i overkant av 1 mrd. kr istedenfor 45 mrd. kr, som Fremskrittspartiet lovet i juli. Med den tydelige talen har Fremskrittspartiets leder sagt at deres lovnad om å kutte alle bompengeselskaper ikke er mulig, det er urealistisk politikk, det vil skape ustabilitet og undergrave veksten i norsk fastlandsøkonomi. Når hovedprioriteringen til regjeringen er skatt, er det forunderlig at finansministeren ikke kan svare på hvordan de skattegrepene vil slå ut for næringslivet, og hvor stor del av skattegrepene som gir skattelette for næringslivet. tilleggsproposisjonen lå der, var svaret fra finansministeren ca. 800 mill. kr. Da vi så budsjettforliket med Kristelig Folkeparti og Venstre, var det innstramming for næringslivet, så sannsynligvis er det rundt null. Derfor må regjeringen slutte med å si at dette er skatteletter som skal stimulere til vekst; dette er skatteletter som skal stimulere til mer privat forbruk. Det er kortsiktig og det er uklokt. Man burde bruke handlefriheten til å skape mer nyskaping og flere arbeidsplasser istedenfor å gi mer forbruk.

administrasjonsrolle. Det som er det store, bemerkelsesverdige som har skjedd etter valget, er hvor fort Fremskrittspartiet er blitt normalisert som parti. Det bør Sandberg ta inn over seg. Det handler heller ikke først og fremst bare om bompenger. Representanten Sandberg og Fremskrittspartiet har jo en historie som går ut på at de skal representere folk flest. flest. Hvis de hadde tatt mål av seg til å gjøre det fra regjeringsposisjon, til og med nå med finansministeren fra sitt parti, kunne de gitt de store skattelettelsene til folk flest, og ikke til dem som er rikest. Men det gjør de altså ikke. Det er den tydeligste demonstrasjonen på at Fremskrittspartiet er det som jeg tillater meg å si – og som jeg alltid har sagt – nemlig et tydelig populistisk høyreparti,

I løpet av 37 minutter står hun her og gravlegger hele sin analyse. Som finansminister står hun fram som garantisten for å finansiere hele det samfunnssystemet som hun har ment står i veien for det norske folk. Det er Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet. Det som selvfølgelig plager representanten Sandberg og Fremskrittspartiet, er ikke først og fremst den defensive rollen – det er bare noe de ikler seg for å prate seg bort fra det faktum at de er blitt et administrasjonsparti i løpet av vel en måned – det synes jeg i og for seg er greit i den forstand at jeg kunne bli fristet til si at man skulle tro at fremskrittspartikoden da var løst, men det er den ikke. ikke. Det som er det nye, og det som vi står overfor i forbindelse med dette budsjettet, er at de gradvis vil demontere det som finansminister Siv Jensen har kalt for en samfunnsmodell som står i veien for det norske folk. Det er det som er i ferd med å skje i det stille. Jeg for min del lar meg ikke lure. Opposisjonen kommer ikke til å la seg lure. Vi skal følge dere skritt for skritt, og vi skal gi dere de karakteristikkene dere fortjener, nemlig høyreparti.

Kursen er satt, og finansministeren sier at det bare er starten. Jeg mener at det ikke ruster oss til å møte de utfordringene vi står overfor. Vi har vært prisgitt et samfunn med små forskjeller, som kan være bra ut fra et politisk ståsted, men det er også en effektiv og moderne måte å organisere samfunnet på. Vi blir mer omstillingsdyktige, og vi kan ta klokere valg. Det andre er at det er et budsjett som går opp Det gjør oss mer oljeavhengige, og det viser sviktende evne til prioritering. Det var altså i pensjonsfondet man måtte gå for å finansiere disse skattekuttene. Det tredje er at i tillegg til flere forslag som kom gjennom forliket, og i proposisjonen, som vi er for, som helse, politi, lærerløft, rus, psykiatri, kystvakt og en del av

Jeg synes finansministeren har svart klokt på det ved å vise til de beregningene som kommer fra Finansdepartementet, og det er også det vi i Stortinget også må forholde oss til. Her har vi proposisjonen vi fikk for tre uker siden, vi venter på Statistisk sentralbyrå, men det er viktig at både regjering og storting følger nøye med, slik at vi ved tøffere tider kan treffe de rette tiltakene. Jeg tror ikke de rette tiltakene er stadig flere og bredere skattelettelser, det er å forstå hvor utfordringene oppstår i den konkurranseutsatte delen av vårt næringsliv – og de trenger andre tiltak for å bedre sin situasjon.

Men så sier jeg at det kan selvfølgelig komme senere. Så må det være et lyspunkt i tilfelle representanten Kolberg føler at han har normalisert Fremskrittspartiet. Det betyr jo at vi har vært unormale tidligere. Da er det en viss fare for at man særlig i Arbeiderpartiet vil føle seg i mange år framover når de nå har mistet makten sin, mistet definisjonsmakten sin, mistet meningsmakten sin overfor alle andre som måtte ytre og mene noe annet i norsk politikk. Det vil bli en interessant sak å følge. For jeg tror faktisk at bare gjennom det budsjettet som skal vedtas her,

Arbeiderpartiet. De tidene skal kanskje møtes med noe annet verktøy. Da er det viktig at man har en åpen verktøykasse, at man tar ut det verktøyet som ligger i den kassen, og som er disponibelt, og bruker verktøyet. Nå har verktøykassen vært lukket i åtte år. Det er dette man er i gang med i denne regjeringen. Det viktigste av alt som skjer i dag når det gjelder budsjettet, er den satsingen som skjer på infrastruktur. Så er det helt riktig: Fremskrittspartiet kunne ønsket seg betydelig større løft på infrastruktur, men så er det altså sånn at vi, i motsetning til Arbeiderpartiet, må respektere demokratiet. 83,7 pst. vil ikke bruke mer midler på infrastruktur. 83,7 pst. vil fortsatt ha bompenger. Og selv 16,3 pst. fra Fremskrittspartiet kan ikke rikke ved en sånn situasjon når demokratiet har

her – ja, vi har Senterpartiet som også er ikke-sosialistisk, jeg får huske på det. Samtidig er det interessant at man fra opposisjonens side ikke helt greier å bestemme seg. Skal man legge vekt på de 99 prosentene, som er akkurat like som i Stoltenberg-regjeringens budsjett, eller skal man legge vekt på den ene prosenten, som åpenbart er så ille at noen er redd for at det kommer et ragnarok, slik det er presentert fra noen på nyhetssendingene i kveld. Jeg har ikke behov for å gjennomgå hvorfor vi er fornøyd, bortsett fra at vi ser at vi har fått en styrket sosial profil gjennom budsjettforliket. Vi har fått en grønnere profil, vi har fått en mer næringsvennlig profil, og vi har fått en profil som styrker kunnskap og forskning. Til syvende og sist har vi også fått et mer vitalisert storting. Det tror jeg også er et

i debatten i dag og ikke fått så veldig mange svar. Ferdige talepunkter har blitt flittig benyttet for å si det sånn. For med unntak av representanten Fredriksens helhjertede forsvar for kutt i barnetrygden i eget valgdistrikt – som for øvrig var en modig og ærlig handling – har det vært lite vilje til å gå inn i substansen i regjeringens politikk, til å gå forbi de første retoriske punktene om vekstfremmende skatteletter og at folk får mer igjen i lommeboken. Noen svar sitter vi likevel igjen med. Vi vet at de økonomiske forskjellene i Norge vil øke neste år med dette budsjettet – sannsynligvis for første gang på ganske mange år. Vi vet at flere kvinner vil bli hjemmeværende med dette budsjettet. Det står jo til og med i tilleggsproposisjonen fra regjeringen. Vi vet at færre flyktninger, som flykter fra krig og nød og forfølgelse, vil få komme til Norge som følge av dette budsjettet. Vi vet at det vil brukes mindre penger på bistand, og oljepengebruken vil gå opp uten at det oppgis noen særlig grunn til det annet enn at regjeringen trenger pengene til sin skattepolitikk. Det er en umoderne politikk, det er en politikk for et mindre raust Norge, et mer kjønnsdelt Norge, et mer økonomisk og geografisk delt Norge og et Norge med mindre hjerterom. Det forundrer meg bare enda mer, etter denne debatten, etter å ha hørt innleggene fra fremskrittspartipolitiker etter fremskrittspartipolitiker – og da kanskje spesielt innlegget fra representanten Tybring-Gjedde – at Kristelig Folkeparti og Venstre hæler å gå inn i forpliktende samarbeid med Fremskrittspartiet om budsjett. budsjett. Det blir sagt vi i SV liksom ikke skal ha fått med oss at det har vært et valg i Norge, og at vi på rød-grønn side tapte det valget. Jo, det er veldig lett å merke det, og barnefamilier og studenter og kvinner og flyktninger er blant gruppene som kommer til å merke det best neste år. Vi er

kan vise noen forskjeller. Det som er forskjeller, er det vi har gjentatt herfra mange ganger i dag. Det er å skape arbeidsplasser som gjør om folk er innenfor eller utenfor arbeidslivet. Det er det som skaper de store forskjellene i samfunnet. Har du en jobb, kan du greie deg selv. Men for å få til de jobbene, må det investeres, og man bruker veldig mye krefter på å dokumentere at regjeringens skattelettelser ikke skaper arbeidsplasser. Men da unnslår man det faktum at for å skape arbeidsplasser må noen investere. Det gjør ikke bedriftene alltid selv, det er faktisk noen som eier disse bedriftene, og som bruker kapitalen til det. Ja, jeg hører at noen omtaler dette som aksjonærer, men det er ikke mange av dem i Norge. Det er stort sett eiere som sitter rundt omkring i hele landet. I tillegg tror jeg at opposisjonen må bestemme seg for om regjeringen nå satser på næringsnøytralitet, som de kaller det, ved at de ikke lenger ønsker å være næringsspesifikke. Vi har hørt representanter som har etterlyst næringsspesifikke tiltak i kjølvannet av denne temperaturmålingen på norsk økonomi Jeg tror at hvis den rød-grønne regjeringen mente noe med næringsspesifikke tiltak, har vi et veldig godt eksempel i norsk treforedling og norsk skogbruk, hvor man brukte flere år på å bestemme seg for om man skulle gjøre noe med kjøretøybestemmelsen, som var helt sentral for om man kunne tjene penger eller ei i Det tror jeg er helt sentralt. Så til det siste som har vært et tema, om bruken av oljepenger. Representanten Gahr Støre sier at vi blir enda mer oljeavhengig. Oljeavhengighet over budsjettene skapes over tid, ikke over noen høstuker i norsk politikk. Den oljeavhengigheten vi har, er skapt over mange år ved at vi ikke har investert den økte bruken av oljepenger på riktig måte inn i vekstfremmende tiltak, skattelettelser, infrastruktur, satsing på kunnskap, skole og forskning. Det er det som skaper arbeidsplassene på sikt, det er det som skaper mindre oljeavhengighet på sikt. Ingen kan skape den oljeavhengigheten i løpet av bare noen få uker.

til. Opposisjonen har ei viktig rolle i ein slik debatt – det er sjølvsagt å peike på det dei meiner burde vore gjort betre. Ein har eit ordtak som seier at alle land har ei regjering, men det er berre demokrati som har ein opposisjon. Det er sjølvsagt heller ikkje overraskande at parti har bygd heile sin politikk

Men dei er riktige. Den utviklinga vi har sett i mange år, at konkurransekrafta er blitt svekt, blir no snudd ved at vi gir skatte- og avgiftslette, ved at vi styrkjer investeringar i infrastruktur. Det vil gi betre konkurransekraft. Slagsvold Vedum er veldig opptatt av kor mykje av 7,3 mrd. kr som går til privatpersonar, og kor mykje som går til bedrifter. Det er rett og slett ikkje så enkelt å seie. Viss vi tar formuesskatten, er det rett nok privatpersonar som betaler han, men det er altså ikkje slik at dei som betaler formuesskatten, har ein eigen konto dei hentar han frå. Som regel, når det er bedriftseigarar som må betale formuesskatt, løyser dei det ved å trekkje ut pengar frå bedrifta. Det svekkjer bedriftene, det gjer dei mindre konkurransedyktige, og det gjer òg arbeidsplassane i desse bedriftene det gjer dei mindre konkurransedyktige, og det gjer òg arbeidsplassane i desse bedriftene meir utrygge. Akkurat det same gjeld for arveavgifta. Når ein må betale arveavgift fordi ein har arva ei lita bedrift, er det slik at om ein

Han snakket om definisjonsmakten, om at problemet for oss som er sosialdemokrater og representerer Arbeiderpartiet nå må være at vi har mistet definisjonsmakten. Det som er det veldig spesielle i denne situasjonen, er at all den kritikk som representanten Sandberg og Fremskrittspartiet har framført gjennom førti år, nå tydeligvis ikke gjelder lenger. Det er jo de som har mistet definisjonsmakten, og det er det som er det spesielle. De har så systematisk karakterisert det norske samfunn som et umoderne samfunn, et samfunn som ikke er på sporet av en modernitet. Men nå har de lagt det meste av det til side – det er det som er poeng. Så opplever vi ikke at det er dette som er bekymringsverdig. Det bekymringsverdige er at det ikke er et retningsløst budsjett. Det er et budsjett med en tydelig retning – i retning mot en liberalistisk økonomisk utvikling som andre europeiske land så veldig tydelig har fått demonstrert at skaper mer vanskeligheter enn goder. Det er det som er det alvorlige i det som kommer til å bli vedtatt her om noen minutter. Det er det første skrittet også for Norge mot en liberalistisk økonomisk utvikling som det ikke finnes noen eksempler på at løser verken arbeidsledigheten eller problemene for folk flest, slik som representanten Sandberg har snakket om i årevis. Nå ser jeg at her. Da burde hun, etter min mening, komme opp på denne talerstolen og svare på to spørsmål. Det første er: Hvilke økonomier i Europa eller i verden er det som etter liberalistisk utvikling har skapt mer utjamning, mer rettferdighet og full sysselsetting? Hvilke eksempler er det? Det er det ene. Det andre spørsmålet er i relasjon til det jeg sa i mitt forrige innlegg: Hun burde fortelle Stortinget om hun fortsatt støtter den norske modellen, eller om hun har forlatt den kritikken som hun så grundig har framført mot den norske organiseringa, slik som hun gjorde i sin landsmøtetale. En slik finansdebatt går gjerne etter forventede spor, men likevel dukker det opp interessante avklaringer. Den ene interessante avklaringen er Høyres syn på

det som er viktig, er å skape arbeidsplasser. Men hva er det som er unikt med Norge? Det unike med Norge er jo at vi har klart å ha Europas laveste arbeidsløshet, Europas sterkeste velferd og Europas sterkeste fordelingspolitikk samtidig. Det er det denne finansdebatten nå gir et helt klart svar på fra regjeringen – fordelingspolitikken er ikke lenger viktig, det er bare tabeller og makro. Men det er ikke bare tabeller. Det er folks økonomi det er snakk om. Jeg fikk låne et kronestykke av finanstalsmannen vår, Jonas Gahr Støre – han hadde det i lomma. Det er skattekuttet per dag for folk som har under 450 000 kr i inntekt. Det er folk flest sine penger fra Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen. Tjener du over 10 mill. kr, får du nesten en årslønn i skattekutt. Dette er det Svein Flåtten kaller tabeller, dette er det statsministeren kaller Stoltenbergs makro Ja, Fremskrittspartiet var unormale – og nå skal jeg ikke snakke om verdier eller det Kjell Magne Bondevik kaller menneskesyn og den type ting – men det er unormalt å love velgerne 100 mrd. kr i skattekutt. Det var ingen andre partier som forsto hvordan det skulle foregå. Det var unormalt å foreslå 45 mrd. kr mer i samferdselsbevilgninger hvert år, og det var unormalt å foreslå at alle bompenger skulle fjernes i Norge. Det var ingen som forsto hvordan det skulle kunne gå an, men Fremskrittspartiet ikke bare lovte, men de garanterte at hvis de fikk sitte i samferdselsstolen, skulle alle bompenger bort. Den andre avklaringen i denne debatten er at disse løftene er døde og maktesløse. Vi slipper forhåpentligvis å høre dem mer. Fremskrittspartiet må forholde seg til de samme økonomiske rammene som andre. Det som hadde vært interessant, er selvsagt å få høre om Fremskrittspartiets leder, som nå er finansminister, den gangen hun lovte at bompengene skulle bort, da hun lovte at 45 mrd. kr skulle inn i samferdselsbudsjettet, da hun lovte at 100 mrd. kr skulle brukes på skattekutt, og da hun lovte at et titalls milliarder kroner av oljepengene skulle brukes, virkelig trodde på det den gangen, eller om hun visste bedre – og at hun egentlig visste at den dagen hun satt i finansministerstolen, kom disse løftene til å være glemt og forlatt. Lureri ville man kalt det i kjøpsloven. I valgdebatten er tydeligvis det meste lov. Presidenten er usikker på om «lureri» er et parlamentarisk uttrykk. Representanten Trygve Slagsvold Vedum har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort

er at først vedtar man å få fjernet arveavgiften, og så ber man om en utredning etterpå. Vanligvis får man en utredning først for å se konsekvensene, og når man ser konsekvensene, bestemmer man seg for hva man skal gjøre. Men Høyre og Fremskrittspartiet har innført en ny praksis: Først vedtar vi det, og så utreder vi konsekvensene. Jeg mener at det kloke og smarte hadde vært å gjøre det motsatte. Med hensyn til treforedlingsindustrien: Når regjeringen ønsket å fjerne CO2-kompensasjonsordningen, og det vil bli redusert med ca. 50 mill. kr i og det vil bli redusert med ca. 50 mill. kr i bevilgninger til å skape nye produkter og skape ny utvikling innenfor skog og treforedling, bør representanten Flåtten være forsiktig med å kritisere. Jeg skal ikke blande meg inn i debatten mellom Martin Kolberg og Per Sandberg, men Martin Kolberg er fantastisk flink til å bruke store ord. ord. Når en hører ham snakke om definisjonsmakten, er det ikke noen tvil om at Martin Kolberg tror at Arbeiderpartiet har definisjonsmakten og skal ha definisjonsmakten til evig tid. Men markedsøkonomien fungerer, faktisk, og markedet fungerer helt uavhengig av Arbeiderpartiet – utrolig nok gjør den det. Det er den som får folk ut av fattigdom, og som har gjort det og fortsetter å gjøre det over hele jordkloden. Og til representanten Kolberg: Det er slik at en person som tjener sin lønn, tjener tjener sin lønn, tjener 100 pst. 100 pst. av lønnen tilhører vedkommende, og personen skal så være med på et spleiselag for å finansiere det som det offentlige mener er nødvendig. Det er ikke slik at den til enhver tids riktige skattesats er den riktige skattesatsen. Hvis man kan gjøre noe mer for å stimulere folk til å arbeide mer, eller gjøre det slik at bedriftene og eierne kan investere mer, så gjør man det. Det er det vi forsøker å gjøre med dette budsjettet, nemlig å stimulere folk til å investere mer og arbeide mer, få folk bort fra trygd. er så fantastisk, det er ikke slik at det er full sysselsetting. Det er ganske mange mennesker i dag på trygd i dette landet, som Arbeiderpartiet har styrt mesteparten av tiden. Det er ganske mange man må få bort fra trygd og ut i arbeid. Da må det skapes arbeidsplasser. Som representanten Flåtten sa: Det må skapes arbeidsplasser, de kommer ikke av seg selv. Det eneste stedet hvor de kommer av seg selv, er i offentlig sektor, og der vil vi helst ikke ha flere. Der vil vi ha færre, og så vil vi ha flere i privat sektor, som kan skape mer verdier, slik at det er mer å dele. Det er det som er fornuftig politikk. Representanten Per Sandberg har hatt ordet to ganger og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Bare en kort kommentar, for

litt i riktig retning er det. Så er det sånn at vi skal forholde oss til de samme rammene, sier representanten Giske. Men det vi har gjort her, viser at det går an å finne andre rammer, og Fremskrittspartiets primære standpunkt er at det finnes nye rammer, andre rammer. Representanten Snorre Serigstad Valen har hatt ordet to ganger ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg tenkte bare å bemerke at så vidt jeg vet, er det vanlig at finansministeren svarer på noen av de utfordringene som har kommet i løpet av debatten, ved debattens slutt. Det har ikke manglet på helt konkrete utfordringer, senest nå fra representanten Giske, som hadde en rekke helt konkrete spørsmål som det må være mulig for finansministeren

Jeg kan peke på en rekke land med et mer liberalt – og også mer markedsbasert – syn på mange ting, som har en helt annen vekstkraft enn Norge sånn som det er i dag. Når Giske står og snakker om Norge uten å nevne hvor spesiell situasjonen i Norge er, med oljeinntekter, er det også

da han presenterte budsjettet her. Det man egentlig ser i den rød-grønne politikken, er at jo lenger unna man er en oljebrønn, jo mindre vekstkraft har man. Selv representerer jeg Hedmark, og det er Arbeiderpartiets utstillingsvindu i Norge. Der har man styrt i to generasjoner uten innblanding fra noen. Etter 2008 har antall sysselsatte i privat sektor gått ned med og så snakker man om at man skal drive næringsrettet politikk. Det er ren næringsdiskriminering overfor alt som ikke har olje foran seg, den rød-grønne regjeringen har drevet med. Og sist, til Trygve Slagsvold Vedum, treforedling: Antall sysselsatte i treforedling har gått ned fra 8 000 til 3 000 i løpet av åtte år. Så står du her og snakker om at man skal drive næringsrettet politikk. Det er en ren næringsdiskriminering dere drev med der også. Dere må jo begynne å forholde dere til egen politikk. Det tenkte jeg det i hvert fall gikk an å minne på etter å ha hørt avslutningsinnleggene fra rød-grønne politikere.

arbeidsledigheten lav. Det er bra. Så er det flere av representantene som i sluttspurten nå har antydet at de har kommet med utfordringer gjennom denne debatten. Jeg må innrømme at jeg egentlig ikke har hørt så veldig mange utfordringer. Jeg har hørt rød-grønne politikere som er litt misfornøyd med at landet har fått en ny regjering, men en opposisjon som er litt i villrede om hva de egentlig skal kritisere den nye regjeringen for. På den ene siden får regjeringen kritikk for at vi ikke har gjort nok, for at vi ikke har innfridd nok av valgløftene som vi ga gjennom valgkampen. På den andre siden får regjeringen kritikk for det stikk motsatte, nemlig at vi gjør for mye for fort. Det forteller meg at regjeringen antakelig har laget et budsjett godt tilpasset den økonomiske situasjonen. Jeg merket meg også at Støre faktisk fra denne talerstolen mente at finansministeren hadde uttalt seg klokt om de økonomiske utsiktene for neste år. Det er jeg helt enig i at finansministeren har gjort! Men det jeg har lyst til å si til debatten om markedsøkonomi, er at det er ingen annen økonomisk teori som har løftet flere mennesker ut av fattigdom verden rundt enn markedsøkonomien ingen annen. Derfor er det ikke noe som kan trumfe markedsøkonomiens fortreffeligheter, og derfor er jeg glad for at denne regjeringen tror på markedsøkonomien og har tenkt å følge de grunnleggende teoriene i markedsøkonomien, rett og slett fordi det skaper vekst, det skaper sysselsetting, det skaper arbeidsplasser, og det skaper kanskje mest av alt stolte individer som tror på seg selv, individer som kan leve av egen inntekt, som kan ta hånd om egen familie, som tør å tro på fremtiden, som tør å skape egne arbeidsplasser, som tør å satse på fremtiden. Jeg er stolt av å være del av en regjering som legger til rette for det, og det kommer regjeringen til å gjøre mer av i årene som kommer. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 1 og 2. Stortinget er klar til å gå til votering.

etter at

ansette